Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden, med de endringer som ble vedtatt i juni 2019, blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt. Det foreligger en rekke permisjonssøknader: fra representantene Himanshu Gulati , Karin Andersen , Espen Barth Eide , Arild Grande , Linda C. Hofstad Helleland og Ingjerd Schou om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 9. oktober, og fra representanten Liv Signe Navarsete om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 7. oktober – alle i De forente nasjoners 74. ordinære generalforsamling i New York fra representantene Lise Christoffersen og Jette F. Christensen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 4. oktober – begge for å delta på møter i Europarådet i Strasbourg fra representanten Eirik Sivertsen om permisjon i dagene 1. og 2. oktober for, som leder av Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, å delta på møter i Roma fra representanten Siv Mossleth om permisjon i dagene 3. og 4. oktober for å delta i møter i OSSEs parlamentariske forsamling i Marrakech fra representanten Willfred Nordlund om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober 2019 til og med 3. april 2020 fra representanten Kari Elisabeth Kaski om foreldrepermisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 2. desember fra Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Nicholas Wilkinson fra og med 1. oktober og inntil videre, og om sykepermisjon for representanten Petter Eide fra og med 1. oktober og inntil videre fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Mazyar Keshvari fra og med 1. oktober og inntil videre fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Astrid Nøklebye Heiberg fra og med 1. oktober og inntil videre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

For Sør-Trøndelag fylke: Ove Vollan 1.–9. oktober For Østfold fylke: Monica Carmen Gåsvatn 1.–9. oktober Liv Gustavsen, Sheida Sangtarash, Anne Sandum, Bersvend Salbu, Leif Audun Sande, Kjell-Idar Juvik, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Solveig Skaugvoll Foss, Carl I. Hagen, Zaineb Al-Samarai, Marian Hussein, Camilla Strandskog, Steinar Ness, Jorid Juliussen Nordmelan, Ove Vollan og Monica Carmen Gåsvatn er til stede og vil ta sete. Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsorden § 6, andre og tredje ledd. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president. Jeg har gleden av å foreslå Tone Wilhelmsen Trøen. Da er Tone Wilhelmsen Trøen foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident. Det er ei glede å føreslå Eva Kristin Hansen. Eva Kristin Hansen er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. føreslå Eva Kristin Hansen. Eva Kristin Hansen er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets andre Morten Wold er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident. Det er ei glede å føreslå Magne Rommetveit. Magne Rommetveit er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident. Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident. Jeg har den glede å foreslå Nils T. Bjørke. Nils T. Bjørke er foreslått valgt til Stortingets fjerde visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident. Eg har den gleda å føreslå Abid Q. Raja. Abid Q. Raja er da foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident. Eg har den gleda å føreslå Abid Q. Raja. Abid Q. Raja er da foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag er ikke fremkommet. Jeg ber om skriftlig votering. Da har Bård Hoksrud bedt om skriftlig votering. Presidenten vil referere forretningsordenens bestemmelse § 60, første ledd, bokstav d, første og andre punktum: «Ved sedler uten underskrift. Denne avstemningsmåten brukes bare ved valg og bare når det er fremmet flere forslag til samme verv, en tilstedeværende representant krever det eller forsamlingen vedtar det etter forslag av presidenten.» Med Stortinget samtykke vil presidenten etterkomme ønsket. Stemmesedler er utlagt på representantenes plasser i salen. Representantene bes om å skrive ett navn på stemmeseddelen og legge denne i krukkene som settes frem midt på gulvet.

Det er

Andre forslag er ikke fremkommet. Norges 164. storting erklæres herved lovlig konstituert. Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef. – Det anses vedtatt. Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet og etter at trontale og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på syv representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning – og anser også denne Som deputasjon oppnevnes Eigil Knutsen, leder, Tom-Christer Nilsen, Knut Arild Hareide, Liv Kari Eskeland, Ruth Grung, Terje Breivik og Nils T. Bjørke. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Stortingets representanter blitt innbudt til gudstjeneste i Oslo domkirke onsdag 2. oktober kl. 17.00. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.